hvilke handlingsrom kommunen har i den løpende driften, og hvilken befolknings- og inntektsvekst som forventes i fremtiden, bare for å nevne noe. Høyere gjeld gjenspeiler det høye investeringsnivået som kommunen har hatt de siste årene. I mange tilfeller kan økt gjeld være fornuftig og nødvendig for å bedre tjenestetilbudet til innbyggerne eller bygge ut kapasiteten i takt med befolkningsutviklingen og endringen i alderssammensetningen. Men det fjerner ikke det faktum, som også kontrollkomiteen understreker, at kommunene må ha kontroll over sin økonomiske situasjon, og at man heller ikke må love mer enn det man kan bære over en lengre periode. Deler av kommunenes gjeld må også ses i lys av statlige stimuleringsordninger for investeringer, slik som rentekompensasjonsordninger og investeringstilskudd, og reflekterer også en ønsket politikk fra statens side. Jeg er glad for at dette også reflekteres og vurderes i kontrollkomiteens innstilling. Kommunene ser ut til å greie å betjene renter og avdrag på de lånene de har, på en god måte. Antall kommuner i økonomisk ubalanse som er registrert i ROBEK, ligger på et lavt nivå sett i forhold til tidligere år, ca. 50 kommuner ved utgangen av mai 2015. Jeg vil også vise til at det er om lag halvparten av kommunesektorens samlede gjeld på vel 400 mrd. kr som dekkes helt eller delvis av andre, og ikke belaster kommunebudsjettene. Noe videreformidles til privatpersoner og selskaper, noe knytter seg til rentekompensasjonsordningen for skoler og kirker, der staten dekker renteutgiftene. Deler av kommunenes gjeld reflekterer altså en ønsket politikk fra statens side, og noe knytter seg til tjenester som finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne, først og fremst knyttet til VAR-området. Riksrevisjonens anbefalinger dreier seg om at departementet bør vurdere om regelverket og statens virkemidler er tilstrekkelig for å sikre at kommunenes gjeldsnivå holdes på et bærekraftig nivå. Det er for tiden, som kontrollkomiteen også viser til, en gjennomgang av kommuneloven. Økonomibestemmelsene i kommuneloven, som Riksrevisjonens anbefalinger berører, vil være en sentral del av dette arbeidet. Dette vil bl.a. omfatte reglene for økonomisk planlegging, budsjettering, utredning og rapportering til kommunestyret, reglene rundt låneopptak, låneavdrag og finansforvaltning og reglene for statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser – mange av de problemstillingene som også representanten Lundteigen og representanten Gunvor Eldegard tok opp i sine innlegg. Jeg mener at det vil være hensiktsmessig å avvente eventuelle tiltak til utvalget har sluttført sitt arbeid. Innstilling fra utvalget skal foreligge innen utgangen av inneværende år. La meg helt til slutt vise til at kontrollkomiteen i sin innstilling ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet å videreformidle vil vi selvsagt gjøre, og i tillegg vil vi selvsagt også videreformidle de synspunkter som er fremkommet i kontrollkomiteens innstilling, slik at utvalget kan ta det med seg i det videre arbeidet. Som det tydelig framgår, er det stor enighet i kontroll- og konstitusjonskomiteen i denne saken, og jeg viser her til både saksordførerens innlegg og representanten Eldegards innlegg. Jeg bare følte behov og lyst, har jeg lyst til å si, til å komme med noen betraktninger. Det er helt riktig som statsråden nå sa, og som vi sier i vår innstilling, at det er mange ulike forhold som skaper den gjeldssituasjonen som er i kommunene. Det jeg tror er helt riktig å slå fast, på tvers av alle partiskiller og på vegne av våre kolleger i kommunestyrene, er at ingen tar opp lån som de ikke oppfatter er nødvendige. Det får meg til å tenke den tanken som jeg etter hvert etter et langt politisk liv har opplevd mange ganger, og som også er på tvers av regjeringenes farge, at det er en grunnleggende uenighet mellom Kommune-Norge på den ene siden og staten, les Finansdepartementet, på den andre siden om hva som er behovet i kommunene for økonomisk støtte og overføringer fra staten. Den er konstant. er et stort uløst spørsmål i norsk politikk og norsk økonomi og forvaltning at vi er i den situasjonen, og – igjen på tvers av partiskiller – at vi har en gjeldsbelastning i kommunene som i alle fall er på 200 mrd. kr hvis vi skal være snille – da er vi veldig snille. Da støtter jeg meg på det som statsråden nettopp sa når det gjaldt statens engasjement for resten. Det er et stort tankekors. Det som det er lett for oss å si i denne salen, og som statsråden også sa, og det har jeg en liten merknad til, er at det allikevel er slik at kommunene har ansvar for å drive økonomisk forsvarlig. Det er det vanskelig å få våre kommunepolitikere til å akseptere som en grunnleggende premiss. Vi skal ikke gjøre annet i denne saken enn å kontrollere og bare ha en mening om hvorfor det er blitt sånn. Det pekes på i innstillingen, slik som det er vist til fra mange talere, men ikke desto mindre er det her problemet befinner seg. Det føler jeg meg overbevist om.

og det er følgende, som også representanten Lundteigen pekte på: En del kommuner ikke bare skyver gjelda foran seg, men de forsøker å skjule den. Jeg skal ikke navngi kommuner nå, men jeg kjenner kommuner, for å bruke et sånt uttrykk, som overfører vesentlige deler av sine lån til selskaper, som de riktignok er eiere av, men som allikevel ikke kommer inn i kommuneregnskapet – de trikser altså med det. Det gjør de fordi de ser at hvis de ikke gjør det, bryter de kommuneloven. Det er en utfordring som jeg mener at noen bør passe på at ikke får lov til å bre seg. Heller ikke dette er partipolitisk – jeg understreker det. Dette må ikke få lov til å bre seg, for da kan det skjule seg noe som vi vil møte med stor kraft senere. Representanten Tetzschner har rett i sitt grunnleggende syn: Til syvende og sist er det staten som sitter med ansvaret, selvsagt, for vi kan ikke slå kommunene konkurs. Det vet alle. Så der har Tetzschner helt rett. Derfor er det viktig at også den nåværende regjering er veldig oppmerksom på den utfordringen som ligger i at man forsøker å skjule utgiftene. Det andre er også bevisste vedtak. Jeg har lyst til å slutte meg til det representanten Tetzschner sa på det punktet. Det er det som er knyttet til disse selskapene som man på en måte tar ut, og som skal finansieres av borgerne. Det er samme historien knyttet til det. De gjør det ikke av vrang vilje, statsråd – sagt gjennom presidenten – de gjør det fordi de blir tvunget til det, slik de føler det lokalt. Jeg tror at hvis denne salen hadde vært full av ordførere nå, hadde de nikket alle sammen – alle sammen hadde nikket. Så kan man si, men det er unntakene, at noen ganger fatter kommunestyrene vedtak som de ikke burde fattet ut fra et forsvarlig økonomisk synspunkt. ligger kulturhusene som perler på en snor. Jeg er for kultur, men det er spørsmål om de behøver å ligge som perler på en snor! Det er jeg usikker på – særlig når lånemengden i en del av de kommunene faktisk nå er på 90 pst. av inntektene. Jeg bare sier jeg er usikker på det. Så kan jeg sikkert få kritikk for det men det tåler jeg! Det er en del disposisjoner noen få ganger som bidrar til denne situasjonen som vi diskuterer i salen i dag – noen ganger er det det, men ikke alltid. Hovedbildet er slik som jeg sier. Det vil bli en stor utfordring for alle regjeringer, for alle stortingsflertall i årene som kommer, å bidra til at vi får en bærekraftig økonomisk utvikling i våre kommuner. Vi vet ennå ikke helt hva pensjonsutgiftene vil komme til å representere. De kommer som regel veldig overraskende på de fleste flertall i denne salen – hva de faktisk betyr. De ligger der som en skjult utfordring. Når en rik kommune som Lier, som jeg bor i, vedtar å slutte å betale avdrag og bare betaler renter, forteller det litt om hvilken situasjon vi er i i mange kommuner. Det er alvorlig. Derfor er denne behandlingen her av stor betydning. Det er bra at statsråden sier at han skal ta dette med seg videre til det utvalget som nå i særlig grad har ansvaret for det.

Det er helt åpenbart at både kommunalpolitikernes forventninger og innbyggernes forventninger overskrider de økonomiske rammene. Jeg må si at i det store er jeg imponert over kommunepolitikernes evne både til å prioritere og til å tenke langsiktig. Men det er helt åpenbart at vi som representerer det nasjonale plan, må være veldig oppmerksom på at de forventningene som vi skrur opp, skal kommunene betale. Hvis vi skrur opp forventningene høyere enn de rammene som vi gir kommunene, er det kommunene som får utfordringen. Jeg er glad for at denne diskusjonen tas opp. Det er viktig at den tas bredt med flere i alle partier, og at vi må være oppmerksom på at både forventninger og de krav og pålegg vi gir kommunene, også må finansieres i et langsiktig løp. Det jeg derimot stusset litt over, var Martin Kolbergs formuleringer rundt kommuners ønsker om å skjule eller trikse bort gjeld. Det er det ikke anledning til. Når det gjelder bruk av offentlig–privat samarbeid, har vi fått laget en gjennomgang av av bruken av OPS, og det som er veldig tydelig fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er at bruker man OPS, må man vite hva man gjør. Det krever en betydelig kompetanse i kommunen når man skal bestille fra leverandører ikke bare bygg, men også drift gjennom flere år. år. OPS har noen utfordringer som man må være klar over, men det har også noen fordeler. Det at en utbygger ikke bare har ansvaret for å bygge, men også for å drifte langsiktig, gjør at man fremmer innovasjon og langsiktig tenkning i prosjektet, og det gjør også at kommunen får en garanti for vedlikehold. Når vi ser på manglende vedlikehold på mange kommunale bygg, har det også noen åpenbare fordeler. Men la meg bare helt kort sitere fra arbeidsgrupperapport Gjeldsutvikling i kommunesektoren, som ble utgitt i april 2015, hvor det nettopp er tatt opp spørsmålet om bruk av OPS og hvordan dette skal bokføres. Der står det: «Langsiktige leieavtaler skal i henhold til regnskapsstandard fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk klassifiseres som langsiktig gjeld i kommunenes balanseregnskap, og de må utgiftsføres med en avdrags- og en rentekomponent i kommunens driftsregnskap.» Regnskapsføringen er altså den samme som ved ordinære låneopptak, og inngår i langsiktig gjeld i kommunens balanseregnskap. Det betyr at også ved bruk av OPS skal dette føres som langsiktig gjeld. Så er det helt åpenbart, som flere har påpekt, at det er viktig at lokalpolitikerne får god informasjon og mulighet til å sette seg inn i gjeldsoppbygging og forpliktelser i et mer langsiktig perspektiv. Det er et av de spørsmålene som også vurderes i det utvalget som vi nå har i arbeid. Flere har ikke bedt om ordet

Før Stortinget går til votering, foreligger det en meddelelse fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om at den innvilgede permisjonen for representanten Tor André Johnsen i tiden fra og med 4. juni til og med 8. juni endres til sykepermisjon fra og med 4. juni og inntil videre. Under debatten er det satt frem i alt tre forslag. Det